for Oslo, Olivia Corso Salles, har tatt sete. Den innkalte vararepresentanten for Aust-Agder fylke, Lene Langemyr, har tatt sete. Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for

Lill Harriet Sandaune er til stede og vil ta sete. Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt. Presidenten vil foreslå Øyvind Halleraker og Lise Christoffersen. – Andre forslag foreligger ikke, og Øyvind Halleraker og Lise Christoffersen anses enstemmig valgt som settepresidenter for dagens møte. til behandling, vil presidenten foreslå at Stortingets møte i dag avbrytes kl. 11.30, for at representantene skal kunne delta ved utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus. Som en følge av dette vil presidenten foreslå at møtet settes igjen

slik at man først behandler budsjettkapitlene under rammeområde 2 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og deretter budsjettkapitlene under rammeområde 3, som gjelder Kulturdepartementet. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at hver del av debatten blir begrenset til 1 time og 10 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter og medlemmer av regjeringen 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det både i debattens del 1 og i debattens del 2 blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fire replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalere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

I dag behandler vi det første budsjettet som virkelig viser regjeringens retning, det viser hvilke valg og prioriteringer som er gjort. Mye er bra, og vi som samfunn har store muligheter. Budsjettet vokser år for år, og det gir regjering og storting handlingsrom til å prioritere. Arbeiderpartiet er uenig i de hovedgrepene som

gjør at mange områder som ellers kunne vært løftet, ikke blir det. Barnehagebudsjettet fikk en ørliten påplussing på 800 plasser – eller to i hver kommune. Fleksibelt barnehageopptak, som skulle erstatte det som av Høyres Linda C. Hofstad Helleland ble betegnet som noe som lignet på ordninger i en sovjetstat i valgkampen, er det nå helt og holdent opp til kommunestyrene å prioritere – i konkurranse med kutt i skole og i pleie- og omsorgsbudsjettene fordi kommunebudsjettene er veldig stramme. Mon tro om ikke barnefamiliene heller foretrekker forutsigbarhet, en dato for når de får en rettighet, framfor denne typen fleksibilitet. At barnefamilier med en inntekt på over 470 000 skal betale for en uklar sosial betalingsordning for de andre barnefamiliene, hører ikke med blant de prioriteringer vi har gjort. I barnevernet er det en satsing i det statlige barnevernet. Det er bra, og det støtter vi. Men gir kommuneøkonomien rom for en fortsatt utvikling av det kommunale barnevernet, det som oppdager og forebygger, som veileder og undersøker? En styrking av familievernet og obligatoriske kurs for foreldre – er det det som avdekker de krevende sakene? Gode barnehager og barnevern er avhengig av god kommuneøkonomi. Jeg kjenner ingen som ikke opplever budsjetthøsten krevende i og da burde kommunene fått en større del av handlingsrommet på bekostning av menneskene med milliarder. Likestillingspolitikken til regjeringen er en godt skjult hemmelighet. Ordningen med kjøkkenbordsforhandlinger til erstatning for tydelige grep fra myndighetene Pappapermen skal ikke bare kuttes med fire uker, den skal med et lite kryss på et skjema kunne fjernes helt – i valgfrihetens navn. Jeg tror de fleste av oss har registrert at de aller fleste organisasjoner, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, ja, de fleste som er opptatt av likestilling, har advart. ja, de fleste som er opptatt av likestilling, har advart. Jeg gikk gjennom høringen, og da fant jeg én organisasjon og én privatperson som støtter den ordningen som nå legges fram. Vi registrerer at regjeringen ofte ellers lytter til iallfall arbeidstakersiden. Nå er det ingen signaler om at regjeringen vil lytte. Jeg utfordrer statsråden til å klargjøre hva hun mener om ordningen etter så massive innspill som det som har kommet i høringen. Det er jo sånn at man kan lure på om vi har en likestillingsminister når sånne grep blir gjort. Jeg utfordrer statsråden til å si noe. Hva er det hun er opptatt av når det gjelder likestilling, og hva er det som kommer til å skje med en ordning som ingen ønsker seg, når det gjelder endringer i fedrekvoten? Det blir replikkordskifte. Arbeiderpartiet er opptatt av likhet, men allikevel er noen barn likere enn andre, for

blant barn i kommunale barnehager er det langt flere barn som har særskilte behov, og det er langt dyrere pensjonsordninger i de kommunale barnehagene. Det vi mener med likhet, er at man må dekke de faktiske kostnadene som er på hvert sted. Jeg registrerer at heller ikke i Høyre og Fremskrittspartiets budsjettopplegg ønsker man å likestille fullt ut, fortsatt er det forskjeller i bevilgninger som gis til de private og til de kommunale. Jeg tror det skyldes at man har sett at det er et system som ikke fungerer etter hensikten sånn som det er i dag. Vi hilser velkommen endringer som gjør at man får kompensert for de faktiske kostnadene man har, og ikke en sjablonglikning som gjør at noen kan trekke store midler ut av et offentlig budsjett. Arbeiderpartiet snakker om milliarder og mennesker, og mennesker er

kostnadsnivåene som er i kommunene, og at det vil være en ganske krevende og byråkratisk ordning å begynne å finne ut hvem som bor sammen, hvem som skal ha de forskjellige ordningene. Derfor mener vi at den ordningen som er forskriftsfestet i dag, burde vært forsterket, og at man burde passe på at alle kommunene følger opp reglene. Vi er ikke enig i det som regjeringen gjør – at de overlater den regningen til andre småbarnsforeldre. Vi bruker milliardene på menneskene, men ikke på de menneskene som har mye fra før. Det er rom for å gjøre de ordningene innenfor det statsbudsjettet som ligger der. Vi har lagt pengene over i rammen til kommunene, og er trygge på at kommunene klarer å følge opp.

På tross av innspillene fra Barneombudet og Domstoladministrasjonen ønsker ikke Arbeiderpartiet å støtte forslaget vårt. Mener virkelig Arbeiderpartiet at det ikke hadde vært interessant å få en evaluering av om det kan være en årsakssammenheng mellom reduksjonen i obligatorisk megling og økningen i antall barnefordelingssaker for domstolene?

heldigvis mange foreldre som klarer å ordne en skilsmisse på en god måte og får til gode avtaler seg imellom, og da tror vi det er feil å legge opp til et system der alle skal igjennom en tre timer lang mekling. Det kan være andre måter å ordne det på, og det kan vi være villige til å diskutere i tiden framover, men da må vi se en helhet i det hele. Replikkordskiftet er omme. Voksne for Barn har en fin plakat som jeg ønsker meg til

Grunnen til at jeg vil ha denne på kontoret, er at den skal minne meg på at når vi skaper politikk, gjør vi det for barn og voksne, som er forskjellige, som kommer med forskjellig håndbagasje, som har sin egen historie – som er unike. Unike barn har krav på å få vokse opp med kjærlighet og god omsorg rundt seg, en omsorg som gir trygghet til å mestre livet videre. Men vi vet at altfor mange barn ikke opplever dette. Noen opplever at barndommen blir et springbrett til dårlig skolegang, psykisk sykdom, uførhet og arbeidsløshet. Derfor er jeg stolt av regjeringen og samarbeidspartiene, som har lagt fram et budsjett som satser mer på familievern enn noen gang, og hvor det statlige og kommunale barnevernet styrkes – et budsjett som setter barns rettsikkerhet på I møte med barn som har opplevd at voksne rundt dem har sviktet, sier flere at de kunne ønsket seg at hjelpen kom tidligere. Derfor er det viktig og riktig å styrke det kommunale barnevernet. Et godt og effektivt barnevern er et av hovedmålene for regjeringen, og derfor er det viktig at barnevernet, i samarbeid med helsestasjoner, barnehager, skoler, skolehelsetjeneste og andre, ser barn som trenger hjelp, og setter inn tiltak av god kvalitet til riktig tid. Derfor styrkes også helsestasjonene i dette budsjettet, i tillegg til at vi jobber med kvalitet i barnehagene og i skolene våre. Barnevernet styrkes ikke bare økonomisk. Vi foreslår å gi mulighet til å sette inn tiltak i familier som trenger hjelp, tidligere enn i dag, også uten at foreldrene samtykker. I dag har vi en høy andel av akuttvedtak, og ved å komme inn med hjelpetiltak tidlig vil andelen kunne gå ned. Barn vil kunne få hjelp tidligere, og familier vil kunne fortsette å være familier med litt hjelp. Statens og kommunens ansvarsdeling av barnevernet trenger å klarlegges. Derfor ser vi fram til meldingen om endringen i strukturen, som statsråden har varslet. Dette sammen med kommunereformen vil være starten på å bygge et mer robust barnevern for framtiden. Det forebyggende arbeidet ved familievernkontorene styrkes betraktelig i dette budsjettet. dette budsjettet. Dette kommer på toppen av satsingen i 2014. Aldri før har det vært satset mer på familievern i Norge. Familievernkontorene gjør et godt forebyggende arbeid i samlivskonflikter. Spesielt viktig er arbeidet med barnefamilier hvor det er vold og høyt konfliktnivå. Vi vet at konfliktnivået er spesielt høyt etter samlivsbrudd. Barn kommer i kryssilden og er Da er det viktig at de i møte med familievernet blir hørt på egnet måte. I den forbindelse viser vi til forslaget om å vurdere at alle barn får egne samtaletimer. Det gjør vondt i morshjertet å følge den siste tidens mediesaker om vold mot barn. Barndommen er kort, og de barna som ikke blir sett, får alvorlige men, og noen dør altfor unge. Barnevernstjenesten i Lørenskog sier at vi ser det ikke før vi tror det. Derfor er det viktig at regjeringen løfter dette temaet ved å fremme tiltaksplanen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Tiltaksplanen, En god barndom varer livet ut, er et samarbeid mellom flere departement. For å sikre barns trygghet må det bygges stein for stein. Det må jobbes tverrfaglig og over departements- og kommunegrenser. I budsjettet startes det et forprosjekt for å sikre at omfangsundersøkelser om vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom Dette er viktig for barna, men det er også viktig for undersøkelsens troverdighet. Det utenkelige skjer, og de barna som blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep, trenger god, trygg hjelp og oppfølging. Det etableres en ny tilskuddsordning til tiltak for voldsutsatte barn. Den er rettet mot frivillige organisasjoner, og målet er å bidra til å støtte etablering og drift av av tiltak som kan gi økt livskvalitet for voldsutsatte barn. Budsjettet vi skal vedta i dag, står i forebyggingens tegn. Ved å se barn som har det vondt, litt tidligere, sette inn gode tiltak tilpasset barnet til riktig tid og få familier til å gå videre med sterkere bånd skaper vi en tryggere framtid for enda flere barn. Det åpnes for replikkordskifte.

Kan representanten Tønder redegjøre for fortreffeligheten av å legge om til den foreslåtte 6 pst. av inntektsgrensen? For det første mener jeg at det er viktig at vi tar vare på de familiene som trenger det mest. Den moderasjonsordningen det nå legges opp til, gjør akkurat det. Den Den fordeler inntekt og betaling. Vi vet at det i dag ikke er alle kommuner som har disse ordningene, men vi vet at mange kommuner har ordningene. Vi oppfordrer naturligvis gode kommuner til å fortsette med sine gode ordninger. Men for å være helt sikre på at alle barn og familier blir ivaretatt i det store og vide landet vårt, gjør vi altså dette grepet.

Jeg fortsetter på svaret mitt: Jeg forsøkte å si at det er viktig å ta vare på alle familier i landet vårt. Vi vet at i dag er det 15 pst. av kommunene våre som ikke har noen som helst hjelp til de familiene som virkelig trenger det. For oss har det vært en målsetting å nå alle med ordningen vår, og vi har derfor foreslått

får mulighet til barnehageplass. Dette gjør også at familienes valgfrihet øker. Men mitt spørsmål til Høyres representant er: Hvordan vil Høyre sikre at pengene som har kommet på plass også gjennom forliket, faktisk går til økt bygging av barnehageplasser?

annerledes. Selv om det er forskjellige posisjoner i denne salen og forskjellige tilnærminger, kan jeg se at vi er enige om, samtlige partier i denne sal, at det må legges inn mer penger for å øke fleksibiliteten i barnehageopptaket. Med en sånn enighet i denne sal forventer jeg og har tillit til at våre kommunepolitikere rundt i hele Norges land også følger dette opp.

I svar på spørsmål nr. 139 til finanskomiteen gjer ikkje regjeringa greie for framdrift eller omtaler planar for korleis dette målet skal oppfyllast. Spørsmålet mitt er om Høgre har gått bort frå målet om å setja eit slikt krav til grunnbemanning. Og i tilfelle ikkje, korleis tenkjer ein at dette målet då skal

Jeg er derfor svært positiv til den kraftige økningen til familievernet, som er ett av flere tiltak vi i større grad ønsker å benytte for å hindre at skadelig atferd får utvikle seg innad i familier. Ukentlig mottar jeg henvendelser, både fra familier som forteller om et fraværende barnevern som burde ha vært inne med hjelpe- eller omsorgstiltak, og fra familier som forteller om omsorgsovertakelser uten Jeg mener at rettssikkerheten til barn og familier i kontakt med barnevernstjenesten må sikres. Barnevernet må også organiseres slik at det er i stand til å utføre sine oppgaver på en god og forsvarlig måte. Derfor er jeg svært glad for at regjeringen har satt ned et lovutvalg for å gjennomgå barnevernloven, og for at strukturen i barnevernet er under vurdering. Jeg er samtidig positiv til at regjeringen har varslet økt bruk av hjelpetiltak også i barnevernet, der det kan forebygge

Det er opprettet en helt ny tilskuddsordning til tiltak for barn som har opplevd vold og overgrep. Tilskuddsordningen mot barnefattigdom og for barne- og ungdomstiltak i større byer styrkes også, slik at barn som vokser opp i fattige familier, vil få likeverdige tilbud som andre barn. I tillegg innføres det en nasjonal moderasjonsordning for foreldrebetaling for barnehage fra 1. mai 2015. Moderasjonsordningen medfører at foreldrebetalingen maks skal utgjøre 6 pst. av familiens samlede inntekt, med en makspris på 2 580 kr. Dette betyr at husstander med en inntekt på under 473 000 kr har rett til en reduksjon i foreldrebetalingen. Moderasjonsordningen har tidligere vært opp til hver enkelt kommune, og 15 pst. av kommunene Derfor er en nasjonal ordning viktig. Vi vet at flere kommuner har ordninger, og vi vet også at gode kommuner som har gode ordninger, ikke vil ta dem fra sine innbyggere. Et fleksibelt barnehageopptak er svært viktig for meg og for alle familier med barn som etter dagens regelverk er «født på feil tidspunkt». For å sikre et fleksibelt opptak er det Jeg er derfor svært glad for at det nå bevilges midler til 3 400 nye barnehageplasser, som tar oss et godt stykke i riktig retning. Til slutt vil jeg takke for samarbeidet med avtalepartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. Et godt budsjett legges nå fram til endelig behandling i denne salen. Det blir replikkordskifte.

Jeg ser på midlertidige stillinger som en mulighet for mange av dem som ikke kommer inn og får fast ansettelse, som ikke får fast jobb. Det er en mulighet spesielt innenfor bl.a. barnehager og kommuner. I mange kommuner opererer man med mye midlertidighet, og man har et høyt sykdomsfravær i en del yrker. Det gir en mulighet for dem som ikke har fått fast jobb, til å komme inn og prøve seg. De som har vært ute av arbeidslivet av andre årsaker, får mulighet til å komme inn og prøve seg. De aller, aller fleste som går på midlertidig ansettelse, blir fast ansatt. Jeg takker for svaret. Ifølge VG 13. november har statsråd Horne krevd en konsekvensutredning før regjeringen konkluderer med å åpne for større bruk av midlertidige stillinger, dette med grunnlag i kunnskapen om at bruk av midlertidige stillinger særskilt vil ramme kvinner. Støtter representanten statsråd Horne eller statsråd Eriksson i dette synet? Jeg er grunnleggende opptatt av at alle skal ha en mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Det handler om likeverd. Dagens system viser at når det er når det er mindre bruk av midlertidige ansettelser, er det også mindre mulighet for å få fast ansettelse. De aller, aller fleste som nå kan komme inn, få prøvd seg litt lenger og bevise hvem de er, får fast jobb. Det handler om likeverd, at alle får en mulighet. Kristelig Folkeparti er

om at det finnes kontorer som ikke er offentlige, at det finnes statlige kontorer, og at alle bidrar med verdifulle tjenester, uansett hvem som har startet dem, og uansett hvem som eier dem. Er representanten fra Fremskrittspartiet enig i betydningen av det tosporede familievernet? Jeg er enig i at ideelle og offentlige – et mangfold av tilbud – er viktig. Det har vært viktig og vil være viktig framover. Det er viktig for denne regjeringen å se på det sammensatte behovet, de sammensatte utfordringene. Da trenger vi også sammensatte og forskjellige tilbud. Derfor er Fremskrittspartiet enig i at flere spor er viktig.

men i budsjettdebatten i fjor kom det fram ei uvisse om den nye regjeringa ville føra vidare denne samarbeidsavtalen. Under høyringa i helsekomiteen i år merka eg meg at ideell sektor retta sterk kritikk mot den nye, blå-blå regjeringa for at denne samarbeidsavtalen framleis ikkje verka slik dei ønskte. Spørsmålet mitt er om det no er ein uvilje i å føra vidare denne samarbeidsavtalen, sidan det tar så lang tid å få han på plass. Det er ikke noen uvilje fra denne regjeringens side. Denne regjeringen er opptatt av å bruke både ideelle ikke-kommersielle, private kommersielle og offentlige tjenester. Denne regjeringen er opptatt av at det er et godt tilbud, og ikke nødvendigvis av hva det måtte hete, men ideelle er fortsatt viktig for denne regjeringen. Replikkordskiftet er omme. Med budsjettforliket som Kristelig Folkeparti har inngått sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, styrkes den sosiale profilen på budsjettet for 2015, og det er jeg veldig glad for. Det er også svært positivt at forliket innebærer en styrking av familieprofilen og en kraftig styrking av barnehagesektoren. Barnehagen er en stor og viktig del av de fleste småbarnsfamiliers hverdag, og barnehagen er en av de største vinnerne i Når det gjelder den sosiale profilen på familieområdet, vil jeg nevne forlikets endringer på barnetillegget, overgangsstønad og skatt, den økte engangsstønaden, at flere familier med lave inntekter får lavere foreldrebetaling i barnehagene, maksprisøkningen er utsatt, og det er viktig at de to endringene i foreldrebetalingen inntrer samtidig. Tilbudet om gratis kjernetid i barnehagene for 4–5-åringer i husstander med lav inntekt utvides, og 42 mill. kr er satt av til gratis barnehage for barn som bor på asylmottak. Folkeparti er glad for at norske familier styrkes ved at familievernsbudsjettet økes kraftig. Det blir 50 mill. kr mer i 2015 enn i 2014. Dette er en sterk markering av det tosporede familievernet. Flere får muligheten til å delta på samlivskurs og foreldrekurs, og ideelle familie- og barnesentre reddes fra nedleggelse. Dette var en spesielt viktig seier for Vi får innspill fra flere hold om at det er mange familier som trenger tilbudet, og det er etterspørsel fra kommunene etter plasser på slike sentre. Behovet er ikke dekket med Bufdirs eget tilbud, men på grunn av manglende avtale med Bufdir, får kommunene ikke kompensasjon dersom plasser blir benyttet. I dag står disse fem ideelle barne- og familiesentrene, som også er nevnt i innstillingen, Disse drives av Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Kirkens Sosialtjeneste og to egne stiftelser. Nå vedtar Stortinget at 35 mill. kr skal brukes på plasser hos disse sentrene i 2015. Stortinget vil at Bufdir skal kjøpe garanterte plasser hos disse fem ideelle aktørene. Stortinget vil at disse virksomhetene skal benyttes aktivt. Vi vil ikke at disse tilbudene skal bli nødt til å legge ned. Så god råd har vi ikke, har vi ikke, at vi kan si nei takk til disse solide fagmiljøene. Forliket gir også familien en bedre hverdag når flere opplever at de har et reelt valg når permisjonstiden er over. Kristelig Folkeparti er glad for at forliket sikrer at enda flere ettåringer får barnehageplass i 2015. 307 mill. kr skal sikre 3 400 nye plasser i 2015. Dette var en av de høyest prioriterte sakene for Kristelig Folkeparti i forhandlingene. Dette prioriterer vi fordi vi vet at det vil bety alt i mange familiers hverdager. Tilgang på barnehageplass når man trenger det, er helt nødvendig for å få hverdagen til å gå opp for mange – for alle dem som ikke ønsker å bruke kontantstøtten til å være hjemme med ettåringer litt lenger. Det finnes faktisk foreldre som ønsker det også. Og det finnes foreldre som helst vil kombinere og ta noen dager i barnehagen og noen dager hjemme. Derfor vil Kristelig Folkeparti at kontantstøtten skal bli mer fleksibel igjen, og derfor ber flertallet regjeringen se på dette. Kristelig Folkeparti er utålmodige når det gjelder bemanningsnorm i barnehagen. Vi mener at nok voksne og nok barnehagelærere er det aller viktigste for kvaliteten i barnehagen. Vi vet at det manglet 4 400 barnehagelærere i 2013, og dette må vi ta på alvor. Jeg vil også framheve i dag at adopsjonsstøtten endelig økes til 1 G, og at flertallet ber regjeringen sikre fortgang i arbeidet med nye samarbeidsland. Det er viktig for Kristelig Folkeparti at stortingsflertallet med dette uttrykker en tydelig vilje til å legge til rette for mer adopsjon. For Kristelig Folkeparti er det også helt sentralt at barn som av ulike grunner ikke lever sammen med foreldrene sine, skal oppleve trygghet og god omsorg. Kristelig Folkeparti er glad for at forliket innebærer en styrking av det kommunale barnevernet på 20 mill. kr, i tillegg til en styrking av Budsjettet til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker økes med 10 mill. kr, og det settes av flere midler til rekruttering av fosterhjem. Forliket innebærer også 2 mill. kr til økt støtte til ferietiltak for vanskeligstilte barn og 2 mill. kr i tilskudd til en organisasjon på barnevernsområdet, herunder Forandringsfabrikken. Kristelig Folkepartis alternative budsjett rommer så mye bra på familieområdet og ellers. Det er primærstandpunkter som vi kommer til å arbeide videre med for at skal bli realisert, men i dag er dette min hovedkonklusjon: Kristelig Folkeparti er glad for at budsjettet for 2015 etter forliket har en bedre sosial profil, også på familieområdet. Kristelig Folkeparti er glad for at budsjettet for 2015 legger til rette for en enda bedre hverdag for familien.

å se, er at antallet fedre som benytter seg av kontantstøtten, faktisk er økende. Det synes Kristelig Folkeparti er veldig positivt, for vi mener ikke at dette er en ordning som først og fremst er ment å skulle være til mor. Dette er en ordning som er ment for familien, for at familien skal få mer fleksibilitet og større mulighet til å kunne velge andre løsninger enn A4-løsningene som de rød-grønne partiene mente var riktig. Men det er som sagt gledelig å se at det faktisk er enda flere fedre som nå benytter seg av kontantstøtten enn tidligere, og da er vi på rett vei.

og definert som offentlige myndigheters tilbud og ansvar. Kirkens Familievern kjenner familiens betydning og så behovet for støtte og veiledning til familier i utfordrende situasjoner, og de satte i gang tilbud for å hjelpe folk og tjene samfunnet. De har vist at det ikke bare er profitt og markedsmekanismer som gir drivkraft. Derfor er det viktig at vi ivaretar disse ideelle aktørene, og at vi ivaretar dette tosporede systemet også i framtiden. I

Betyr dette at Kristelig Folkeparti nå er enig med Høyre og Fremskrittspartiet i at det er på tide med en ny politikk for å hjelpe de barna som trenger det, og hjelpe familier til å holde sammen, og at dette kan være riktig spor? Ingen må bli overrasket over at Kristelig Folkeparti av og til skriver seg inn i merknader – både fra den ene og den andre siden – så sant de er gode. Vi er opptatt av at det er en politikk på dette området som ivaretar barn på en så god og grundig måte som mulig. Derfor har jeg rost statsråden når hun nå har tatt til orde for at man må innføre ordninger der barnevernet kan sette inn tiltak selv der foreldrene ikke samtykker, for det er jo barnet og barnets beste som er viktig her. Jeg er åpen for å diskutere alt dette videre med regjeringspartiene, med statsråden, og jeg ser fram til at det blir lagt fram saker til Stortinget som gjør at vi får et barnevern og et system som ivaretar barna på best mulig måte. Representanten Bekkevold nevnte barnetillegget som en av sakene Kristelig Folkeparti er

2014-tall. Siden uføresystemet endres fra 1. januar 2015, er det mye mer relevant å sammenligne med hvordan ytelsene faktisk ville vært i 2015. De tallene forteller en helt annen historie: Uføre trebarnsforsørgere med lav inntekt mister 20 752 kr hver med budsjettforliket til Kristelig Folkeparti. Mener representanten Bekkevold at en er enig i at det å miste 20 000 kr i året gir en bedre hverdag for familien? Barnetillegget har vært et tema som har blitt mye diskutert, også her på Stortinget, også etter at budsjettforliket var i havn. Jeg må bare si for min egen del at jeg skulle ønske Kristelig Folkeparti hadde fått en men vi mener likevel at det har blitt en bedre sosial profil enn det som var utgangspunktet før vi gikk inn og startet forhandlingene. Jeg er glad for at vi har fått en ordning som er varig, og at det behovsprøvde barnetillegget fortsatt skal ligge der, og så får vi se hvordan dette kan Men om ikke alt er perfekt – og jeg forventer ingen anerkjennelse fra SV verken på dette eller på noen andre områder – så vet vi i Kristelig Folkeparti hva vi har gjort, vi vet hva vi har fått til i disse forhandlingene, og dette budsjettet har fått en større sosial profil enn det hadde før vi startet forhandlingene. Replikkordskiftet er dermed omme. Barne- og familiepolitikken til Senterpartiet skal bidra til å jamna ut sosiale helseforskjellar og sikra alle barn rett til

Senterpartiet er einig i at familiar med låg inntekt skal få lågare barnehageutgifter og støttar regjeringa i det, men vi støttar ikkje at dette skal verta finansiert gjennom ein auke av maksprisen utover lønsveksten for dei andre barnehagebarna. Senterpartiet går derfor inn for å redusera maksprisen med 100 kr per månad samanlikna med forslaget frå regjeringa. Vi merkar oss at regjeringa vidarefører modellen til Senterpartiet for kontantstøtte, og i det alternative budsjettet vårt støttar vi forslaget til satsar frå regjeringa. I det alternative budsjettet vårt bruker vi òg om lag 77 mill. kr på å innføra Finnmarks- og Svalbardtillegget i barnetrygda på nytt. Senterpartiet meiner at ein auke av eingongsstønaden for kvinner som ikkje har opparbeidd seg rett til fødselspengar er eit viktig fattigdomsavgrensande tiltak som òg vil vera ein faktor i det abortførebyggjande arbeidet. Vi aukar difor eingongsstønaden til 1 G frå juli 2015. Senterpartiet aukar òg adopsjonsstønaden til 1 G frå det same tidspunktet for å leggja betre til rette for dei som ønskjer å adoptera. Kutta til regjeringa i tilskotssatsen for einslege mindreårige asylsøkjarar i barnevernet meiner vi vil gjera det vanskelegare for kommunane å tilby denne sårbare gruppa eit godt nok tilbod. Derfor aukar Senterpartiet denne tilskotssatsen til budsjettet vårt aukar vi tilskotet til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn med 20 mill. kr. Denne ordninga rettar seg mot 23 større bykommunar. Talet på barn som er ramma av fattigdom og dårlege oppvekst- og levevilkår er høgare i storbyane enn på landsplan. Vi legg òg inn 2 mill. kr til tilskot for I Sundvolden-erklæringa står dette: «Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet. Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbrukeren velger, kan bidra til å sikre en slik utvikling.»

3. november melde Aftenposten at sju barnevernsaktørar på den norske marknaden totalt har hatt eit overskot før skatt på 550 mill. kr frå 2009 til 2013. Dei fleste av desse er store, svenske omsorgsføretak som er komne inn i den norske marknaden og profitterer på at Sverige ligg framfor Noreg i å kommersialisera velferdsstaten. Dei blå-blå synleggjer lita eller inga uro for denne utviklinga. Høgre og Framstegspartiet viser i innstillinga til at det er brei politisk einigheit om at det er behov for eit betre barnevern. Ja, det er det. Men 550 mill. kr som har gått til private lommer ville det ha vore stor bruk for i eit slikt forbetra barnevern. Senterpartiet vil skjerpa merksemda rundt dette området. Vi vil nøye følgja opp både anbotspolitikken til regjeringa og høvet til dei private kommersielle til å ta Senterpartiet meiner at det er stort behov for å behalda dei ideelle aktørane på barnevernsfeltet. I dag utgjer det ideelle innslaget ca. 25 pst. av institusjonstilbodet, og vi etterlyser vilje frå regjeringa til å laga eit innkjøpssystem som varetar dei ideelle Vi registrerer dessverre at samarbeidsavtala mellom regjeringa og ideell sektor framleis ikkje fungerer slik intensjonen var, og slik arbeidet var begynt under raud-grønt styre. Til slutt vil eg informera om at Senterpartiet kjem til å stemma for mindretalsforslaga nr. 1, 2, 3 og 5 som ligg i innstillinga.
Det åpnes for replikkordskifte.

Samtidig ser vi at samkommuneprosjekter ikke har vist seg å være tilstrekkelig. Hva er Senterpartiets svar til de barna som ikke får hjelp og ikke når fram i disse kommunene? Eg er veldig einig i at vi må gjera kva som helst for at vi

viser at det som Høgre tar for gitt, at det automatisk er eit dårleg barnevern i små kommunar, stemmer heller ikkje. I denne saka som i mange andre saker er kommunereforma ofte svaret på alt, men kva som eigentleg er spørsmålet, er ikkje alltid like

ikkje sluttar seg til forslaget frå regjeringa om å auka maksprisen med 100 kr i månaden for å finansiera den sosiale profilen eller mindre foreldrebetaling til dei som tener minst. Dette kan vi finansiera ved at vi ikkje gir skattelette til dei rikaste, og ved at vi ikkje har kutt i formuesskatten, som òg går til dei rikaste. Det er den verkeleg sosiale prioriteringa i Senterpartiets budsjett. Det går ikkje på dette fagområdet isolert, men på skatte- og avgiftspolitikken, som viser at vi prioriterer fellesskapsløysingar og ikkje skattelette til dei rikaste, som det heiter. Representanten var inne på private aktører. Det er

Så da har jeg egentlig to spørsmål: På hvilken måte skulle disse pengene brukes i stedet? Og hvilke tilbud mener representanten at barna skulle få, hvis de ikke skulle fått det private tilbudet de får i dag? Det er ikke slik at det står ledige plasser rundt omkring, at det er masse kapasitet, så jeg bare lurer på hvilke tilbud barna skulle fått isteden. Det er et veldig viktig spørsmål, korleis vi organiserer innkjøp av barnevernstenestene. Eg synest det er eit problem når vi har eit så høgt nivå av utbytte hos dei private tilbydarane. Når det er gått 550 mill. kr til nokre familiar i Sverige, så synest eg faktisk at det er eit problem, og det burde vera eit problem for Stortinget at det er slik vi forvaltar pengane som skal gå til barna.

Venstre innførte i si tid dei Castbergske barnelover, lover som nettopp hadde som intensjon å skape meir like moglegheiter. Venstre har i dette budsjettsamarbeidet med regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti prioritert fattige barn og vanskelegstilte barn. Dette er fordi ingen barn vel sin barndom. Ansvaret for barnets framtid ligg ikkje berre på foreldra. Tenk på Venstre ønskjer å forskjellsbehandle i positiv forstand. Vi må gje mest til dei som treng det mest. Barn som av ulike grunnar treng ekstra hjelp og ressursar, skal få det. Venstre ønskjer å ha støtteordningar som er målretta og differensierte. For Venstre er dette rettferdig politikk, politikk som fører til omfordeling, og Venstre meiner det er rett å gje meir til dei som har minst, anten det gjeld reine økonomiske støtteordningar som auka sosialhjelp og omfordeling av barnetrygd, eller differensiering og gratis barnehage og SFO til dei med svak økonomi. I dette budsjettet fekk vi gjennomslag for barnehagar, og i Venstre ser vi på det som eit steg fram at det frå 1. mai neste år blir innført reduserte satsar og gratis kjernetid for fire- og femåringar i Barnehagen er ein arena som betyr enormt mykje for utsette barn og familiar, og det er ein god læringsarena. Det kan vere ein viktig arena for å byggje god psykisk helse hos barn, og det kan stabilisere omsorgssituasjonen. Vi treng gode barnehagar. Barnehagen er ein fin arena for å sjå det enkelte barn, og ein kan oppdage hjelpebehov. Difor må den faglege kompetansen hos barnehagetilsette vere høg. høg. For Venstre er det viktig å arbeide målretta for å auke den faglege kvaliteten i barnehagen, men vi ser òg eit behov for å auke talet på barnehageplassar, slik at fleire eittåringar kan få eit tilbod om plass. I budsjettforliket sikrar vi saman med Kristeleg Folkeparti over 200 mill. kr ekstra til fleire barnehageplassar og til eit meir fleksibelt barnehageopptak. Dessverre er det slik at eit barns sjansar i livet er veldig tett knytte saman med det eine valet ein ikkje rår over: Kva foreldre ein har. Ein god oppvekst gjer oss robuste i møtet med livets utfordringar, og ein vond barndom kan setje spor gjennom eit heilt liv. Venstre prioriterer førebygging av omsorgssvikt, bl.a. gjennom tiltak som hjelper foreldre å auke sin omsorgskompetanse. I heile haust har grufulle saker der barn har opplevt vonde ting som vold, overgrep og omsorgssvikt. Dette kan vi ikkje tolerere. For Venstre er førebygging viktig. Vi ønskjer satsing på helsestasjon, skulehelseteneste og familievern, og det kommunale barnevernet treng langt fleire ressursar. I vårt alternative budsjett fekk det kommunale barnevernet ei styrking på 170 mill. kr. Helsestasjonen i ein unik posisjon i forhold til familien og må difor sikrast gode moglegheiter til å tilby hjelp tidleg. Det same gjeld familievernkontor, som kan dempe konfliktar mellom foreldre. I dette budsjettet har vi oppnådd ei styrking av helsestasjonar, skulehelseteneste, familievern og barnevern. Men nokre gongar er ikkje førebygging nok. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker har lang saksbehandlingstid, og fristane blir ofte brotne. Det er veldig alvorleg for barna som blir verande lenge i ein uviss situasjon. Fylkesnemndene har fått tilført midlar i forliket som Venstre og Kristeleg Folkeparti har med regjeringa, og der er målet å få ned saksbehandlingstida. I framtida ønskjer vi òg å få greidd ut ein familiedomstol, og vi tenkjer òg at barnevernlova som rettslov kan vere eit viktig svar. Barn har krav på Venstres alternative budsjett er eit sosialt budsjett med ei samla fattigdomssatsing på 2,5 mrd. kr, og det er eit budsjett med handlingsvilje for dei svakaste. Det er eit budsjett som viser vilje til å prioritere den viktige førebygginga. Eg har ikkje fått nemnt alle budsjettgjennomslaga, men eg kan nemne veldig kort: meir pengar til tilskotsordning for å redusere fattigdom blant barn og betring av forholda for barne- og familiesenter. familiesenter. Alt dette har sin bakgrunn i at vi veit kor viktig barnas første leveår er, og dermed må budsjettet reflektere det. Vi må satse på dei minste. Det blir replikkordskifte.
Regjeringen foreslår i budsjettet å starte en barnehageportal hvor foreldre og andre på en enkel måte kan finne og sammenstille informasjon om barnehager i Norge. Alle som har søkt plass for sitt barn – jeg har nylig gjort det selv – vet hvor vanskelig det er å finne ut hvordan barnehagene i nærområdet er når man skal prioritere mellom barnehagene. Kunne representanten si noe om hvordan Venstre stiller seg til dette forslaget? Eg er til liks med representanten frå Høgre oppteken av at foreldre skal ha god og enkel tilgang til nyttig informasjon om barnehagetilbodet i kommunen sin. Også eg er småbarnsmor. I lang tid har det hovudsakeleg vore fokusert på og eg meiner at det no må bli fokusert på kvalitet og innhald. Derfor har Venstre i det alternative budsjettet sitt løyva 177 mill. kr til kompetanseløft og vidareutdanning av barnehagepedagogar. Tilbake til barnehageportalen: Så lenge dette er ei ordning som blir opplevd som ei hjelp til å gjere det lettare for foreldre å orientere seg og finne det tilbodet som er riktig for dei, er eg nokså sikker på at Venstre vil stille seg positiv til det. Målet må vere å sikre god informasjon mellom heim og barnehage, og Venstre ser føre seg at ein barnehageportal må vere ei løysing som er og blir opplevd som ei forenkling i kvardagen til foreldra. Replikkordskiftet er

Den reelle muligheten til å delta i arbeidslivet for alle – og dermed også å være økonomisk selvstendig og selvberget, noe som bør være et politisk mål – kom først med retten til barnehageplass for alle unger. Derfor var det en likestillingsrevolusjon. Jeg frykter at vi går en framtid i møte det er nettopp fordi at likestilling ikke er noen naturlov, eller noe urokkelig, men noe som er avhengig av en bevisst politikk. Når politikken endres, da ser vi også tilbakeslag. Når det kuttes i pappapermisjonen, så gjør det noe med fordelingen av det ulønnede arbeidet i hjemmet, og det gjør noe med synet på kvinner og menn i arbeidslivet. Hvis midlertidige ansettelser blir hovedregelen, så gjør det noe med det å våge å få barn, det å våge å bli gravid. Ingen vil gjøre det med åpne øyne i en midlertidig ansettelse. Når kontantstøtten øker, så bidrar det verken til pensjonspoeng eller egen inntekt, men til at kvinner blir hjemme, og når barnehagene blir dyrere, går det i feil retning hvis det er et mål at alle skal delta. Ved konkurranseutsetting blir det utrygge tilbud til dem som trenger det, men også ofte dårligere arbeids- og pensjonsforhold for dem som jobber der, og det er ofte kvinner. Vi i SV vil framover. Vi vil Vi vil ha omfordeling, og vi vil ha maktutjevning, vi vil at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, uavhengig av etnisitet, uavhengig av klasse. Derfor fremmer vi en aktiv politikk for likestilling. Vi vil styrke trepartssamarbeidet for likestilling i arbeidslivet, vi vil bekjempe deltidsarbeidet som kvinner sliter med i dag. Vi vil heller gi likestillings- og diskrimineringsombudet et styrket virkemiddelapparat virkemiddelapparat for på den måten å kunne ta tak i den diskrimineringen som særlig gravide kvinner opplever allerede i dag. Vi vil heller ha en pappaperm, vi vil øke engangsstønaden, vi vil øke barnetrygden, og vi vil verne om maksprisen, samtidig som kvaliteten i barnehager øker og opptakene blir flere. Likestilling kommer ikke av seg Vi vil heller kjempe mot de utfordringene vi har i dagens samfunn, for de finnes, og dette burde vi heller stå sammen om – og ikke nærmest alene om – hvis et likestilt samfunn og utjevning av makt og muligheter er et mål. Det åpnes for replikkordskifte.

De har altså ikke prioritert å være i den komiteen der nettopp to av flaggsakene til SV håndteres. Det synes vi er underlig. Vi synes også det er underlig at det i deres alternative budsjett ikke er noen tegn til sosial profil på barnehagesektoren. Det er ikke ivaretatt gjennom de innretningene de foreslår nå, og det ble heller ikke ivaretatt i de åtte årene de satt i regjering. en sak for SV lenger, og spesielt ikke for barna? Jeg lurer på om du har lest feil utgave av SVs alternative budsjett – i så fall skal jeg sørge for at du får riktig utgave tilsendt i vårt budsjett styrkes utsatte barn, og omfordeling er kjennetegnet på budsjettet. Det er nettopp derfor vi hever barnetrygden, det er derfor vi verner om maksprisen, det er derfor vi styrker det lokale barnevernet. SV er partiet som har ansvar for barnevernsløftet, som har gjennomført det historiske løftet for utsatte unger over hele landet, og det fortsetter vi med også i vårt alternative budsjett. Når vi er inne på utsatte barn, er det også viktig å nevne at vi både har fattigdomstiltak, og at vi styrker barnehusene i vårt budsjett – ikke for at vi skal ha en god profil, men fordi vi vil endre folks

og så får vi se hva som skjer med den. Men jeg tror jeg gjentar spørsmålet: Når det gjelder barn i barnehager, og alle barns mulighet til å være i barnehage, hva er bakgrunnen for at SV har gått bort fra sine løfter og mange taler om sosial profil, også der? Vi mener at det at barn har muligheten til å gå i barnehage, sikres gjennom en lav makspris. Vi mener at det er utjevnende at barn går i barnehage, og at det er et godt tilbud med god kvalitet. Derfor løfter vi også utdanningen for de ansatte i barnehagen. Men jeg synes dette er et underlig angrep fra en representant som faktisk representerer et budsjett og et parti som har gått til målrettet angrep på de aller mest utsatte i samfunnet, og som reduserer inntektene til de fattige. Eksempelet med å redusere barnetillegget for uføre foreldre er i så måte grelt. Når det gjelder komitéfordeling, som jeg ikke svarte på i Når det gjelder komitéfordeling, som jeg ikke svarte på i sted, handler det om at vi er sju representanter. Jeg satser på at vi blir flere med fortsatte høyrebudsjetter med den sosiale profilen som vi har sett.

at man skal ha like muligheter. Ja vel. Det er ca. 10 pst. som ikke tar ut sin foreldrepengekvote fordi de ikke har hatt muligheten til det, og disse barnefamiliene ønsker regjeringen å se. Hvem mener SV at foreldrepengekvoten er til for? Er det kun et likestillingsspørsmål, eller er det barnas beste som denne regjeringen mener den er til for?

kvinner. Vi ønsker et likestilt arbeidsliv, og vi ønsker et likestilt familieliv og samfunnsliv. Da er det viktig at vi deler på de oppgavene som finnes, og også at barna får ta del i begge foreldrenes oppgaver hjemme. Presidenten minner om at medrepresentanter tiltales i tredje person via presidenten. SV foreslår i sitt alternative statsbudsjett å kutte hele bevilgningen til kontantstøtten. Det vil si at ca. 25 000 barn og foreldrene deres fratas en inntekt på 6 000 kr per måned, 72 000 kr per år. Dette foreslår SV, selv om de selvfølgelig er vel vitende om at flere av disse familiene lever med lave inntekter. SV foreslår riktignok å å opprette en ventestøtte på 6 000 kr i måneden, men anslår dette behovet til kun å gjelde 1 250 barn. Her bevilges det 90 mill. kr. SV foreslår å bevilge 156 mill. kr til å bygge barnehageplasser, og 156 mill. kr tilsvarer ca. 1 200 plasser. Da er spørsmålet: Hva med de over 20 000 barna som fratas kontantstøtte, og ikke får ventestøtte og ikke får barnehageplass? Er det noen spesiell grunn til at SV i sitt opplegg ikke setter av penger til at også disse kan gå i barnehage eller få ventestøtte? SV setter av penger til ventestønad som foreldre kan motta i påvente av barnehageplass. Vi ønsker også å sånn at man slipper å vente på det. I tillegg ønsker vi å sette av penger til en foreldrehalvtime for å kunne bøte på den tidsklemma som veldig mange opplever er vanskelig, særlig når de helt små begynner i barnehagen. Når det gjelder kontantstøtten, mottar mange den nettopp som en ventestønad i dag. Det bør ikke være ukjent for Kristelig Folkeparti at en del betaler

tar. Akkurat det er jeg helt enig i. Det viser at denne regjeringen satser på familie, den satser på barnevern og den satser ikke minst på forebygging og tidlig innsats. Vi ruster familiene for framtiden. Godt foreldreskap med trygge familierelasjoner er den viktigste rammen rundt barn og unges oppvekst. Trygge foreldre skaper trygge barn. Regjeringen er svært opptatt av det Regjeringen er svært opptatt av det forebyggende arbeidet som skjer i familieverntjenesten. Foreldre som sliter, har behov for støtte og hjelp til å løse konfliktene og til å være gode omsorgspersoner for sine barn. Jeg er glad for at vi gjennom budsjettforliket i Stortinget har fått på plass en styrking av familievernet i 2015. Det er en historisk satsing på familievernet i 2015.

fatteevne. Denne høsten har vi dag etter dag lest om grove overgreps- og omsorgssviktsaker hvor også vi som samfunn har sviktet. Det er historier som har berørt meg sterkt, og vi har alle sammen blitt berørt. Vi må tørre å snakke om disse temaene. Vi må løfte debatten, og vi må ha mot til å handle. Vi har alle et ansvar for å hindre at barn utsettes for vold og overgrep, og vi har alle en plikt til å melde fra når det er mistanke om at noe skjer.

Alle har et ansvar for å melde fra, men det krever kompetanse, og det krever mot og handlekraft. For meg er det viktig at vi også tar vare på de barna som har blitt utsatt for vold, og jeg er veldig glad for at komiteen støtter regjeringens forslag om en ny tilskuddsordning for denne gruppen. Det er behov for tiltak som kan hjelpe de barna som har vært utsatt for vold og overgrep, til en bedre mestring i hverdagen.

Jeg er også veldig fornøyd med budsjettforliket her på Stortinget, som styrker innsatsen mot barnefattigdom ytterligere. Rekordmange barn og unge har dette året fått deltatt på Ferie for alle og fått tilgang til fritidsaktiviteter i hverdagen. Jeg synes det også er positivt at vi har fått på plass en økning i engangsstønadene ved fødsel, og som representanten Toppe var inne på, så er det også et viktig ledd i fattigdomsbekjempelsen.

Samtidig er jeg glad for at regjeringen nå jobber aktivt med en likestillingsmelding som vil fokusere på de likestillingsutfordringene som er i samfunnet i dag. Den stortingsmeldingen som jeg jobber med nå, vil ta for seg både arbeidsliv, utdanning og helse. Jeg ser det er en utfordring med kvinnehelse. Meldingen vil også ta for seg vold og overgrep, som er noen av de største likestillingsutfordringene i verden i dag. Det er så viktig, og det er vi nødt til å bekjempe også her i Norge.

og de har valgt retning. I Arbeiderpartiet mener vi at det blir mindre likestilling, særlig når det gjelder pappapermen og reduksjonen av den. Hva slags tiltak kommer statsråden til å sette i verk for å prøve å få flere pappaer til å ta permisjon, i det scenarioet som en nå har skissert opp, og som en nå kutter i?

som var veldig fortvilt over at han ikke kunne få lov til å overta mors uker. Mor var selvstendig næringsdrivende og hadde ingen mulighet til å ta ut de ukene. Det gikk ut over familien, men ikke minst gikk det ut over barna, som da måtte enten til dagmamma eller i barnehage, mens familien ønsket at barnet skulle være hjemme med familien.

for de tjenestene og den kapasiteten de har. Dette er sterke fagmiljøer som tilbyr støtte til foreldre som trenger ekstra støtte av ulike grunner. De hjelper foreldre til å bli gode nok omsorgspersoner for egne barn. Dersom det ikke er mulig, er de også med og avklarer barnets videre omsorgsbehov. Som sagt er det et viktig tilbud til foreldre som sliter, og til barn som har det vondt. Deler statsråden Kristelig Folkepartis glede over at disse fem sentrene er sikret kjøp av faste plasser fra Bufdir i 2015? Jeg deler Kristelig Folkepartis glede over at vi nå har fått ekstra penger til å kunne satse mer på foreldre og barn-sentre. Det er et viktig tiltak som både fagmiljøene og foreldrene ønsker – det å få en god kartlegging, det å kunne komme tidlig inn og se hvilken hjelp en skal gi den familien og de barna. Derfor er foreldre og barn-sentrene et viktig satsingsområde og et viktig tiltak som vi er nødt til å ha. Nå får jeg en rapport om det videre arbeidet med foreldre og barn-sentrene, for som representanten også er kjent med, er dette et kartleggingssystem som et samlet storting har sagt skal være en kommunal oppgave. En ser at flere og flere kommuner ikke klarer å påta seg den spesialiserte kartleggingsoppgaven, derfor er det viktig at vi går inn og ser om det skal være statlig styring av foreldre og barn-sentrene. Jeg er glad for at stortingsflertallet har fått på plass ekstra penger til

Spørsmålet mitt er kva likestillingsministeren vil gjere i denne saka. Da må jeg bare få si at akkurat den rapporten kjenner jeg ikke til, men selvfølgelig er det brukernes behov som skal være i sentrum, ikke hvilket kjønn en har. Derfor er det en rapport som jeg vil ta med meg i det videre arbeidet, spesielt med likestillingsmeldingen, for det er viktig å sikre at det er den enkelte brukerens behov som skal være avgjørende for å få rettighetene sine på plass, og ikke hvilket kjønn

om de familiene som har foreldre av samme kjønn. LHBT-fokuset finnes ikke. Derfor er mitt spørsmål: Når statsråden sier at det skal føres en aktiv familiepolitikk, hvilke familier er det snakk om

at de har en valgfrihet i hverdagen sin, slik at de kan innrette hverdagen sin slik det passer den enkelte familie best, uten at det skal være noen klamme hender som skal styre den familien. Vi har tro på fleksibilitet og valgfrihet uansett hvordan familien er sammensatt. Mener statsråden at fattige familier og familier med enslige forsørgere eller uføre foreldre får større fleksibilitet og mer valgfrihet av å få mindre inntekt? Denne regjeringen har en historisk satsing i forhold til Stoltenberg II-regjeringens satsing på barnefattigdom. Vi skal også komme tilbake til Stortinget med en tiltaksplan som skal være basert på den avtalen vi har med de to borgerlige partiene.

Røe Isaksen, vær så god.

flertallspartienes budsjettenighet. Den første handler om kvalitet. I de siste ti årene har det vært stor politisk enighet om at vi må bygge ut antallet plasser i Norge for at flere skal få tilgang til barnehage. Det har vært fornuftig, det har vært riktig, og det har vi gjort. Den neste store reformen i barnehagesektoren er en kvalitets- og innholdsreform. innholdsreform. For å få til det må vi satse på det som er aller viktigst, og det er menneskene som jobber der. Hvis vi skal ha trygge barnehageplasser, hvor foreldrene kan være sikre på at ikke noe galt vil skje når de leverer fra seg det mest dyrebare de har, og hvis vi skal ha barnehageplasser hvor barna kan leke og lære gjennom lek på barnas egne premisser, handler det om tilstrekkelig antall voksne, og det handler ikke minst om tilstrekkelig antall barnehagelærere. I dag er det 40 pst. av dem som jobber i barnehagen som ikke har relevant barnefaglig kompetanse. Mange av dem gjør en fremragende jobb, men det er et mål at antallet med kompetanse skal gå opp. Vi vet også at vi mangler ca. 4 400 barnehagelærere i barnehagene. De er jo der ute, men de jobber ikke i barnehagene. Disse må vi få inn, og vi må utdanne flere. Derfor er det viktig at regjeringens satsing på

i flere år, og som SV da varslet, før de la frem sitt eget budsjett, at de ville støtte helhjertet opp om. Det har vært enighet om dette i hvert fall når man har snakket om at man trenger en mer sosial innretning på barnehageprisen. Hvorfor det? Jo, fordi familiene med dårligst råd også er det man kaller mest prissensitive, med andre ord kan pris være en viktig barriere. Derfor introduserer for hva man skal ha av moderasjonsordninger, nettopp fordi vi vet at dagens regelverk ikke fungerer. 15 pst. av kommunene har ikke moderasjonsordninger, og det er vel grunn til å tro, som også har vært oppe i spørsmåls- og replikkrunden her, at noen av moderasjonsordningene som er der, ikke ivaretar dette i tilstrekkelig grad. Flertallspartiene styrker den ordningen og har i tillegg bestemt seg for at de ønsker en ordning med gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier.

regjeringen hadde lagt frem et budsjett hvor uttaket var for stort, være borte i år. I tillegg har flertallspartiene bevilget tilstrekkelig til å satse på 3 400 nye barnehageplasser. Vi forventer selvfølgelig at kommunene skal følge opp dette. Til sammen er det Til sammen er det en kraftfull satsing på barnehager, på en god start i livet, på kvalitet, på flere barnehagelærere, på mer fleksibilitet i opptaket og å legge til rette for at kommunene kan gjøre det, ikke minst med en god sosial profil. Det er også store penger involvert. Hvis man ser hvor mye dette vil koste i 2016, vil det koste 790 mill. kr mer i 2016 enn det vi tar inn på økningen av maksprisen i år. Det blir replikkordskifte. Vi har både da regjeringen la fram tilleggsproposisjonen sin, og i revidert diskutert og i en replikkveksling vi hadde knyttet til revidert, sa for så vidt statsråden at han skjønte at folk ikke var særlig imponert over budsjettet som var lagt fram. Nå legger statsråden fram et budsjett med 800 nye barnehageplasser. Så går man i forhandling med regjeringssamarbeidspartnerne, og budsjettet blir økt med mer enn fire ganger.

Jo før Arbeiderpartiet innser at den nye regelen på Stortinget ikke er at budsjettforhandlingene og alle beslutninger tas borte fra denne sal, men at det er et stortingsflertall som bestemmer budsjettet, jo bedre er det. Budsjettet i denne sal blir ferdig når de fire samarbeidspartiene, flertallspartiene, har behandlet det. Så la vi et godt grunnlag, med 800 flere barnehageplasser, for et mer fleksibelt opptak i kommunene. Flertallspartiene styrket det, og det er jeg selvfølgelig glad for. Hvis man ser på Arbeiderpartiets budsjett, er det på mange områder langt dårligere, f.eks. sier Arbeiderpartiet at man må gå igjennom systemet for finansiering av de private barnehagene. Det er jeg enig i, men Arbeiderpartiet har jo tatt konsekvensen av dette allerede – uten en gjennomgang. Så kutter man i likebehandlingen mellom private og offentlige barnehager, på tvers av det man sa man skulle gjøre i Soria Moria I og Soria Moria II, og man gjør det uten et godt kunnskapsgrunnlag. Jeg synes Arbeiderpartiet skal spørre seg selv om dette er seriøs barnehagepolitikk fra Norges største parti.

skaffer seg kunnskap om det. Men i en replikkveksling mellom meg og statsråden om bevilgninger til statsbudsjettet sa statsråden bl.a. i forbindelse med revidert: «Jeg stusser litt over at en representant fremstiller det som om regjeringen styrer budsjettbevilgningene til Hva er det nå som gjør at statsråden tror at hans forslag om 100 mill. kr kommer barnehagene til gode, uten øremerking eller andre føringer? Det er fristende å sitere representanten Rigmor Aasrud da hun ble spurt om moderasjonsordninger, hvor Arbeiderpartiet legger inn midler, men ikke ønsker en statlig ordning. Da sa representanten Aasrud, for ca. en halv time siden:

hvor flere kommuner sa at med uttrekket etter kontantstøtten, ville de måtte redusere barnehagetilbudet sitt. Det lyttet vi til. Nå er de pengene inne igjen. Det må jo også bety at når det kommer midler nok til 3 400 barnehageplasser med flertallets budsjett, har kommunene nå mulighet til å innføre et mer fleksibelt opptak. Det de derimot må ta høyde for, er at hvis Arbeiderpartiets budsjett skulle blitt vedtatt, ville det blitt kutt til de private barnehagene og alle de barna som går der.

statsråd Røe Isaksen nå foreslår, er jo en felles ordning som skal gjelde for alle kommuner. Men det hadde vært en like god ordning å følge opp – sørge for at kommunene fulgte opp den forskriften som faktisk var der. Det er et virkemiddel som er ganske treffsikkert, hvis man bruker de metodene man har for å kunne følge opp. Røe Isaksen svarer heller ikke på spørsmålet mitt: Hvordan skal man sikre at barnehagebarna får dra nytte av den økningen som nå foreslås, når vi vet at kommunene må kutte i pleie- og omsorgstjenestene og man må kutte i skolebudsjettene? Hvordan vil man sikre at pengene går til barnehager, og ikke til å dekke opp andre hull i kommunebudsjettet?

også er litt inkonsekvent i spørsmålet om hva som skal øremerkes, og hva som ikke skal det. Det kan vi vel innrømme at vi alle på Stortinget og i regjeringen er av og til – at noen ganger øremerker vi det, og noen ganger ikke. Vi har valgt å lage en ny nasjonal ordning, nettopp fordi dagens moderasjonsordninger ikke fungerer. Det har Arbeiderpartiet ikke valgt – de har valgt å nedprioritere nasjonal styring når det gjelder de svakeste familiene med dårligst økonomi. Jeg synes det er veldig flott at Det har Arbeiderpartiet ikke valgt – de har valgt å nedprioritere nasjonal styring når det gjelder de svakeste familiene med dårligst økonomi. Jeg synes det er

Hovedkjernen i den satsingen er flere barnehagelærere. En viktig måte å gjøre det på er å sikre at flere av dem som allerede er i barnehagen, som har valgt å jobbe der, får muligheten til å videreutdanne seg til barnehagelærer. Det er en viktig satsing. Så det er det ene. Det andre er bemanningsnorm, som det står i regjeringserklæringen at vi skal ha innen 2020. Det er jo – for å bruke en parallell i disse julegavetider – ikke en «åpnes ikke før»-dato, det er ikke som med julegavene, at man ikke kan åpne dem før

Statsråden snakkar om å få fleire unge til å velja yrket, og eventuelt ei bemanningsnorm når den tid kjem. Eitt område som ikkje er omtala her i dag, men som det står om i budsjettet, er at det er ein veldig stor avgang av førskulelærarar, at berre som er utdanna barnehagelærarar og er under pensjonsalder, arbeider i barnehage. Det er eit ekstremt høgt tal. Dersom alle som faktisk var barnehagelærarar, jobba i barnehage, hadde det ikkje vore eit problem i dag. Så spørsmålet mitt er: Kva vil statsråden gjera for å få fleire av dei som ikkje jobbar i barnehage, som er kvalifiserte, til å jobba der? La meg først et enkelt svar på det. Hvis det var slik at vi kunne bruke 10 mill. kr eller noe sånt for å få det til, så ville vi gjort det for lenge siden. Jeg tror derimot at noe av nøkkelen ligger i noen av tallene vi så i forbindelse med en av rekrutteringskampanjene som den forrige regjeringen hadde for å få flere inn i barnehagelærerutdanningen. Den viser nemlig at folk flest synes at det er en veldig når man spør om det er en faglig krevende jobb, så synker antallet som svarer ja ganske mye. Så jeg tror det er utrolig viktig å vise frem at det å jobbe i barnehage selvfølgelig forutsetter at man er glad i barn og liker å være med barn, men det er også en krevende jobb, det er et fag å være barnehagelærer. Det at det er spennende faglige utfordringer der, tror jeg kan være en måte å lokke tilbake på, og det er noe vi vil forsøke å forsterke gjennom Jeg må nok si at det sannsynligvis også er en kjønnsdimensjon her som undertegnede burde diskutere nærmere med likestillingsministeren også. Statsråden har over lang tid vist engasjement for barn i en utsatt situasjon. Det kan stille nye og

ikke første gang jeg har blitt kalt Terje Rød Larsen . Han er ferdig som statsråd. Takk for et godt og veldig stort spørsmål. Det betyr at jeg nok må velge litt. La meg peke på to ting, i hvert fall. Vi har nå nylig lagt frem en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Vi har også tett kontakt med barne- og likestillingsministeren og justisministeren om vold mot barn. Det er klart at varslingsregimet man har i barnehagen, altså det at barnehagen sier fra, og at det er tett kobling mellom barnehagen og hjelpeinstansene i kommunen, er helt avgjørende. Det andre jeg har lyst å dra frem, er språkarbeidet. Det er nok grunn til å Det er nok grunn til å frykte at hvis man kan norsk dårlig, rett og slett, og har dårlig norskutgangspunkt hjemme, så vil det bli vanskeligere også å oppdage eller komme i kontakt med hjelpeapparatet dersom man trenger det. Replikkordskiftet er omme. Regjeringens budsjett og forhandlingene mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre her på Stortinget har gitt oss et meget godt budsjett for

Det er utfordrende hverdager for de ansatte i barnehagene, og vi ser at det dukker opp nye utfordringer. Dette er situasjoner som krever kunnskap og trening for å kunne observere på en best mulig måte og oppdage barn og hendelser som trenger oppfølging. 60 mill. kr er satt av til kompetanseheving. Dette henger selvsagt også sammen med de fire samarbeidspartienes ønske om å ha enda større oppmerksomhet om innholdet i barnehagehverdagen. Kvalitet og innhold i barnehagen er i de beste hender med denne regjeringen og det budsjettsamarbeidet som nå er i Stortinget. Et annet svært viktig signal er viljen til å prioritere tilgjengelighet til flest mulig i barnehagen. Det gjør vi gjennom to spor i dette budsjettet. For det første får vi endelig på plass en sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen. Denne profilen ble ytterligere forsterket gjennom forliket her på Stortinget. Gjennom det gir vi en håndsrekning til dem som i utgangspunktet har minst, slik at barn, uavhengig av sosial status, gis mulighet til barnehageplass – og gjennom det sosial trening og felles utgangspunkt for videre utdanning og samfunnsliv. En god start i livet er et svært verdifullt håndslag til de familiene som har minst ressurser til hverdagen. En slik satsing på en sosial profil og sosial utjevning har fra mange hold vært etterlyst lenge, og nå er den altså på plass fra andre halvår 2015. Det andre viktige sporet er tilgjengelighet til barnehageplass uansett når på året barnet er født. En fødselsplanlegging for å treffe riktig når det gjelder tildeling av barnehageplass, er langt fra den familiepolitikken regjeringen ønsker seg,

flere barnehageplasser. Dette er plasser som er helt avgjørende for å kunne opprettholde et fleksibelt opptak i de kommunene som allerede har det, og for at nye kommuner kan etablere plasser som gir innbyggerne et fleksibelt tilbud. Dette er en satsing som gir kommunene den hjelpen de trenger for å kunne oppfylle sine egne ønsker om løsninger tilpasset innbyggerne i de forskjellige

En annen ting i Arbeiderpartiets alternative budsjett som viser tydelig at ideologi er viktigere enn brukerne, er ønsket om å reversere tilnærmingen til likebehandling av barn i private barnehager og barn i offentlige barnehager. Gjennom å redusere tilskuddet til de private barnehagene fra 98 pst. til 96 pst. av det offentlige forbruket gir de et klart signal om at de private aktørene ikke skal få de samme ressursene til å drive arbeidet med satsing på kvalitet og innhold som de offentlige barnehagene – det vil berøre barna i de private barnehagene. Regjeringen vil ha en satsing på barnehage til det beste for barna som er der, uansett hvem som eier og driver barnehagen. Jeg vil avslutte med å takke Kristelig Folkeparti og Venstre for samarbeidet om å få på plass et godt budsjett for barna og dem som trenger oss mest, enten det er i barnehagen, i barnevernet eller til hjelp i en utfordrende hverdag for familiene. Regjeringen har som et klart uttalt mål å tette hullene i det sosiale nettverket. Det bidrar vi til i dette budsjettet. Barns beste og at barndommen varer hele livet er

oppvekst, og som prøver å oppfylle alle de forventningene vi som politikere har til tjenesten. Det vi hører om, er naturlig nok alle de sakene som ikke lykkes, for majoriteten får hjelp. Men det er for mange mangler. Gang på gang hører vi om de hendelsene som får tragiske utfall fordi noen ikke gjør det de skal, eller følger opp. Det må vi gjøre noe med, Jeg er derfor veldig fornøyd med at de øremerkede stillingene innenfor barnevernet, som den rød-grønne regjeringa startet under barnevernsløftet, videreføres. Det er helt nødvendig. For det er i kommunene ungene bor, og det er der innsatsen må skje primært. I budsjettet styrkes det statlige barnevernet og familievernet. Det er bra, men det er viktig at det kommunale barnevernet også prioriteres. Heldigvis klarte Venstre og Kristelig Folkeparti å sørge for det. Arbeiderpartiet har i sitt budsjett styrket kommunenes inntekter med 2,2 mrd. kr mer enn samarbeidsbudsjettet fordi vi setter felleskapet framfor skattelette. Det ville gitt kommunene mer handlingsrom og styrket tjenesten ytterligere – enda flere unger ville fått hjelp. Men stillinger er ikke nok, kunnskap og kompetanse er nødvendig. Derfor vil vi i Arbeiderpartiet gi ansatte bedre kunnskap for å ta den vanskelige samtalen, noe som kan være avgjørende for tilbudet som skal gis – den såkalte barnesamtalen. Den er viktig hvis unger utsettes for vold eller overgrep. Jeg minner om at den også var viktig for posisjonen da de var i opposisjon, men de fjernet den i fjor med et pennestrøk. Behovet er dessverre ikke mindre i dag. Den trengs like mye som omfangsundersøkelsen som vi fremdeles ønsker, og som nå skal utredes av regjeringa. Vi mener at den skal i gang, derfor omprioriterer vi 3 mill. kr som sammen med de 500 000 kr som regjeringa satset til forarbeid, vil kunne gi 3,5 mill. kr – en god start. Arbeiderpartiet er ikke imot at voldsutsatte barn skal få gode opplevelser – det fortjener de. Men 11,5 mill. kr til et prosjekt som ikke er kommet i gang ennå, og som vi ikke vet omfanget av, mener vi godt kan starte litt mer forsiktig – med en start på 5,5 Omprioriteringer er til for å avdekke framfor å reparere. Et godt barnevern er også å tilrettelegge for gode og trygge rammer for familien. Familievernet er styrket, og det er bra. Men det er viktig å gjøre tiltak som hindrer kriser, framfor å komme inn når kriser har oppstått. Gode helsesøstertjenester, barnehageplasser, skole, arbeid uten usikkerheten som midlertidige ansettelser gir, restriktiv alkoholpolitikk og de kanskje bør se på, og som de kan fjerne eller endre for en bedre barndom for alle. For som kjent henger alt sammen med alt. Gode fosterhjem til dem som trenger det og institusjonsplasser der det er nødvendig, er også en viktig del av barnevernet. Arbeiderpartiet mener at penger som er budsjettert til til dem og ikke på profitt og store uttak. Arbeiderpartiet håper derfor at det blir tatt grep i anbudspolitikken som fører til store uttak, sånn at vi slipper å høre om de store gevinstene innenfor barnevernet. Jeg tar opp de forslagene som vi har fremmet i innstillingen, som er utelatt ved en inkurie

Arbeiderpartiet fortsatt holder fast ved et godt barnevern, det kan i hvert fall virke slik etter de siste innleggene. Denne regjeringen ønsker et barnevern for barns beste, men det finnes utfordringer. Det finnes 200 kommuner med færre enn 5 000 innbyggere som sliter med kompetansen i barnevernet, og som sliter med å ha et godt barnevern i kommunen. Over 10 pst. av barnevernsbarna bor i en slik kommune med under 5 000 innbyggere. Det er et stort antall barn som er registrert i barnevernet i dag. Selv om kapasiteten har økt i barnevernet,

innenfor barnevernets område. Vi ser det stadig vekk i media: Vi ser barn som blir slått, barn som lider, barn som sulter – og sågar barn som sulter i hjel. Vi trenger et robust barnevern, der alle tar et ansvar. De som står utenfor og ser på, de som jobber i barnevernet og ikke minst vi som politikere må ta et større ansvar.

må ses i sammenheng med den nye kommunestrukturen. Det må legges til rette for en struktur som motvirker sårbarheten i små kommuner. Denne regjeringen mener endringer i barnevernet må gjennomføres på en måte som sikrer de ansatte, og som ikke minst sikrer barna – at barna skal motta den hjelpen de trenger som også gjør at man ser utsatte barns behov. Denne regjeringen styrker det kommunale barnevernet, men ønsker samtidig å ha en gjennomgang av fylkesnemndene. Det vi får signaler om, er nettopp en del av tiltakene. Vi ønsker å se på fosterhjemmene, og tilbakemeldinger vi får der, er at det finnes forskjeller på kommunale og fylkeskommunale fosterhjem. Det skal i hvert fall ikke være noe skille på om et fosterhjem er styrt av kommunen eller fylkeskommunen. De bør i hvert fall ha samme regelverk å styre etter. Det vil medføre at unge og deres familier får god hjelp. Ikke minst: Når vi tar beslutningene våre på grunnlag av kunnskapen vi har, får vi et

men vi må kunne kjenne dem eller få dem enkelt presentert. Vi har kunnskap, men ytterligere og nødvendig kunnskap må være enkelt og intuitivt tilgjengelig. Når vi kjenner rettighetene våre og har den nødvendige kunnskapen, kan vi ta informerte valg. Det er selvfølgelige helt opp til hver og en hva man velger, men muligheten til å ta de gode valgene henger sammen med kunnskapen og rettighetene man har. Hvis man har lyst til å velge usunt eller dyrt, må man gjerne gjøre det, men man skal ha kunnskapen, slik at valget er informert, slik at valget er bevisst. Et tredje viktig område i forbrukerens interesse er en god og effektiv løsning av tvister. Dessverre er ikke møtet mellom deg og meg som forbrukere, og en leverandør alltid helt knirkefritt. kan være uheldig, bli utsatt for noen med uærlige hensikter eller rett og slett være uenig i hvorvidt dette er riktig behandling eller ikke. Vi har et system for dette som på veldig mange områder fungerer godt, men fortsatt er det områder som må løses rettens vei, noe som både belaster rettsapparatet unødig og ikke minst fremstår som et stort hinder for en uheldig forbruker. Utenomrettslig tvisteløsning er absolutt å foretrekke, og det er derfor gledelig at regjeringen satser på å forsterke og utvide disse ordningene. For å ha en god forbrukerpolitikk er det også viktig at vi selv går foran med et godt eksempel. Undertegnede er aldri helt sikker på om det er Forbrukerombudet eller Forbrukerrådet, eller kanskje til og med Markedsrådet, jeg skal sende e-posten til når jeg opplever at forbrukerrettighetene mine har blitt utfordret.

eller kjøpe seg et brød. Det vil alltid være en avveining mellom hva som må samles og tilbys gjennom offentlige portaler, og hva markedet selv kan levere av informasjonstjenester, men en fellesnevner er at jo mer komplekst tilbudet er, jo dårligere er den markedsleverte informasjonen når det gjelder muligheten for å sammenlikne ulike produkter direkte, og det er det som må til hvis man skal kunne ta informerte valg. Samtidig må vi passe på så vi ikke lager informasjonsportaler for informasjonsportalenes skyld. Også her må vi prioritere. Farlige stoffer i barneklær, gift i maten vi spiser, åpenbare forsøk på å komplisere produktpakker for å ta høyere pris enn nødvendig, eller hva blir min fremtidige pensjon, er gode eksempler på områder hvor vi trenger informasjon. Det er ikke like kritisk viktig å vite om brødet koster 50 øre mer eller mindre, eller om den ene tv-kanalen ikke akkurat er i den kanalpakken. Vi må prioritere det viktige. Regjeringen har en aktiv forbrukerpolitikk, noe som vil vise seg å bli mer og mer viktig i et stadig mer komplekst samfunn. Med gode rammevilkår og rettigheter for oss forbrukere, med tilgjengeliggjøring av informasjon som gjør oss i forbrukere, med tilgjengeliggjøring av informasjon som gjør oss i stand til å ta informerte valg, og med effektiv tvisteløsning der det må til, sørger vi for en sterk stilling for forbrukerne. Et godt budsjett har blitt bedre, har flere representanter fra regjeringspartiene hevdet fra denne talerstolen. Vel, tilbakemeldingene på meningsmålingene tyder vel på at folk flest fortsatt ser et visst forbedringspotensial i dette budsjettet. Det har fra regjeringspartiene blitt hevdet at dette trolig skyldes at man ikke har gjort en god nok kommunikasjonsjobb eller ikke har klart å få folk til å forstå fortreffeligheten i de grepene som foreslås i statsbudsjettet. Vel, jeg tror heller det handler om at regjeringspartiene har bommet på selve samfunnsnerven i Norge: Den stolte norske tradisjonen med at fellesskapet skal stå sterkt, at alle sammen skal bidra, at vi ønsker et samfunn med små forskjeller mellom folk og en politikk som beskytter familien. Derfor hadde det vært gledelig om representantene fra regjeringspartiene, og særlig statsråder, når de blir stilt spørsmål i Stortinget, kunne vise en viss form for ydmykhet og større vilje til å svare ordentlig på dem enn det f.eks. statsråd Røe Isaksen gjorde i sine svar, eller mangel på sådanne, til representanten Rigmor Aasrud i replikkordskiftet tidligere i debatten. Når vi blir spurt om hva som er årsakene til at Norge lyktes såpass godt som vi gjorde sammenlignet med de fleste andre land under finanskrisen og de utfordringene vi møtte der, så svarer de fleste av oss at det er selve fundamentet i arbeidslivspolitikken som er grunnlaget for at vi har lyktes såpass godt som vi har, og har Europas laveste ledighet, med et sterkt trepartssamarbeid, med en politikk som legger til rette for at familien skal ha stor grad av frihet og ikke minst ha muligheten til å kombinere det å ha jobb med det å ha omsorg. Jeg vil hevde at familiepolitikken er en av bærebjelkene i den politikken som har sørget for at Norge stort sett har kommet seg godt gjennom det ruskete farvannet som vi hadde under finanskrisen og For Arbeiderpartiet har det vært en rød tråd opp gjennom hele vår historie å ha en politikk som bidrar til arbeid til alle. Det handler om selvrespekt og muligheten til å forsørge seg selv, og da er det essensielt at vi også har en politikk som legger til rette for at det skal være mulig å kombinere det å ha jobb med det å ha barn. Det er også viktig at alle får muligheten til å delta, og at en har en politikk som legger til rette for at det blir bedre muligheter for kvinner i arbeidslivet og bedre muligheter for menn i familielivet. Derfor trenger vi en politikk som beskytter familien, og som bidrar til trygghet og stabilitet, med muligheten til å ta frie valg for seg selv og sin familie og kunne planlegge framtiden. Nå ser vi en utvikling hvor regjeringen legger til rette for en politikk som bidrar til ytterligere press på familien, som vil redusere hver families frihet, muligheten til å ta egne valg og muligheten til å Vi har sett forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som skal føre til flere midlertidige stillinger. Vi vet at det planlegges forslag om å åpne opp for søndagsåpne butikker. Vi vet at regjeringspartiene ønsker mer bruk av overtid. De legger til rette for at det skal bli mindre pappatid for ungene og mer bruk av kontantstøtte. Jeg tror at dette vil føre til et endret landskap i arbeidslivet og i familielivet. Det gir også økt utrygghet for framtiden for svært mange. Vi ser at det allerede er gjennomført en streik og varslet nye aksjoner. I dag er Erna Solberg ute og sier at dette kan ikke komme som noen overraskelse, for dette er en politikk som det norske folk har stemt for. Det spørs vel om det norske folk er enig i det. det. Derfor må jeg også utfordre Kristelig Folkeparti, som er et parti som jeg i alle sammenhenger opplever forfekter at de er opptatt av familiens ve og vel: Hvordan kan man sitte og forsvare en utvikling som legger ytterligere press på familien, som det vi ser regjeringen legger opp til? De bør faktisk innse at dette er en regjering som som vil føre til mindre frihet for de fleste familier i Norge. At kvinner og menn skal ha like muligheter både på jobb og på hjemmebane, er et verdispørsmål. Det handler om hva slags familie- og arbeidsliv vi ønsker. Det handler om økonomisk selvstendighet og likeverdige muligheter. Kvinners tilknytning til arbeidslivet er viktig for norsk økonomi og en bærebjelke i den norske velferdsstaten. Derfor har NHO, Spekter og andre arbeidsgiverorganisasjoner satt seg i i kampen for bl.a. å beholde fedrekvoten. De vil være med på en moderne og målrettet likestillingspolitikk. De vet av erfaring at likestilling i arbeidslivet selvsagt ikke kommer av seg selv. Hele samfunnet har en interesse i et familievennlig arbeidsliv, som gjør det mulig å kombinere jobb og barn både for mor og for far. Vi har kommet langt på likestillingsområdet i Norge, men fremdeles gjenstår mye. Menn og kvinner har ikke like mye makt. Menn og kvinner har ikke lik lønn. Menn og kvinner har ikke lik pensjon. Menn og kvinner har ikke lik arbeidsinnsats, verken i eller utenfor hjemmet. Menn og kvinner har ikke likt foreldreansvar. De fleste likestillingsutfordringene som gjenstår, berører fremdeles kvinner, men også menn opplever likestillingsutfordringer. Blant annet ser vi at etter samlivsbrudd opplever flere fedre at de får mindre kontakt med sine barn enn mødre gjør. Flere gutter enn jenter avslutter videregående opplæring uten å gjennomføre. Jeg må si at det er sørgelig å være tilskuer til vår nye regjering, som reverserer viktige likestillingsfremmende tiltak framfor å forsterke dem. Reduksjon i pappaperm er nevnt mange ganger, i tillegg til en puslete innsats for barnehageplasser, svekking av stillingsvern og turnusordninger som kan innebære en sterk økning av helgevakter. Den store taperen i regjeringens manglende innsats på likestillingsområdene er familiene, det er arbeidslivet, og det er samfunnet. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Med litt samarbeid med salen tar presidenten sikte på å kjøre debatten om rammeområde 2 ut før møtet

Stoltenberg II-regjeringa la fram eit budsjett der dei sette av 3,5 mill. kr til ei omfangsundersøking, som var eit svar på det justiskomiteen bad om. Desse midlane kutta den nye regjeringa ut, til store og sterke reaksjonar frå opposisjonsparti og organisasjonar som Redd Barna og UNICEF. I november la statsråd Horne og regjeringa fram tiltaksplanen «En god barndom varer livet Dette er ein plan full av gode intensjonar, men dessverre blir det òg mykje berre med det. Den inneheld mange tiltak og mål som eg meiner er kjempeviktige og veldig gode, men det hjelper litt lite når det står eksplisitt på side 11 i tiltaksplanen at desse tiltaka skal dekkjast «innenfor gjeldende budsjettrammer» og «når det foreligger budsjettmessig dekning». Med andre ord kjem me ikkje til å sjå det heilt store løftet eller gjennomføringsevne på dette i 2015.

mens tiltaksplanen, som er lagd fram ein månad etterpå, har 40 dagar som mål. Då lurer eg på kva som skjedde i denne månaden. Og er dette ei utvikling me kjem til å sjå meir av, at ambisjonane blir reduserte ettersom tida går? Uansett er lovens krav veldig tydeleg: 14 dagar ved dommaravhøyr av barn utsette for seksuelle overgrep. Det meiner ein samla justiskomité er viktig at framleis skal vere målet.

Mange av oss har i oppveksten blitt behandlet dårlig. De voksne greide ikke bedre. Mye tillit er ødelagt, og vi trenger å bli trygge på voksne igjen for å knytte oss til dem. Da må vi kunne forholde oss til færrest mulig voksne og ha voksne sammen med oss over tid. Dette ber vi om hjelp til. Det er vår viktigste sjanse til et godt liv. Dette er hentet fra Barnevernsproffene, som er en del av Forandringsfabrikken. Når vi i dag diskuterer så selvfølgelig ut, men det er ikke en selvfølge. Det er forskning som bekrefter at tilknytning til omsorgspersonene er helt avgjørende for barns utvikling. Det er fundamentet som gir barn gode voksenliv. Raundalen-utvalget har i sin utredning «Bedre beskyttelse av barns utvikling» forklart oss hvor avgjørende tidlig tilknytning er for barns utvikling. Nyere forskning viser at utrygg tilknytning kan være hemmende for barns emosjonelle og kognitive utvikling. Da SV satt i regjering, sørget vi for å sette i gang et stort barnevernsløft. Ved å øremerke stillinger til

til det som må bli bedre og mer stabil kontakt med de barna og ungdommene som trenger det. Til daglig er jeg ikke først og fremst vara til Stortinget, men jeg studerer til barnevernspedagog ved Høgskolen i Oslo. Derfor vet jeg hvor viktig det er å styrke utdanningen. Under de rød-grønne sørget SV for at barnevernsutdanningen fikk et løft. Nå foreslår vi i vårt budsjett at sosionomutdanningen får det samme løftet.

og å skjerme offentlige og ideelle aktører. Vi mener at det ikke er det samme hvem det er som utfører en tjeneste, bare oppgaven skjer. For vi ser at det ikke er gitt at midlene går dit de skal. Av samme grunn mener vi også at det er viktig å endre finansieringsmodellen for barnehagene. Telemarksforskning viser at det er en urimelighet i dagens finansiering. Det er godt dokumentert. dokumentert. Den viser også at når private og offentlige barnehager skal kompenseres likt når de har fullstendig forskjellige utgifter, forsvinner store summer ut av driften og over til privat profitt. Når det er godt dokumentert at private barnehager sparer penger på å ha dårligere pensjonsordninger for ansatte, og at barnehagene på denne måten er overfinansiert,

Høyre og Fremskrittspartiets velgere vil få mer enn nok også hvis vi tetter sugerøret ut av felleskassen og sørger for at offentlige midler som bevilges i denne salen, faktisk går til de minste og til dem som trenger det mest. Likestillingen kommer ikke av seg selv. Det vi nå ser, er

Vi ser at klokken blir snudd feil vei i likestillingspolitikken, og det virker ganske illustrerende for regjeringens visjoner på området når de har valgt å trekke tilbake stortingsmeldingen som heter nettopp Likestilling kommer ikke av seg selv. For SV har det vært viktig å legge fram et alternativt statsbudsjett som tenker likestilling på alle felt. Vi tenker likestilling i skattepolitikken, i justispolitikken, i utenrikspolitikken og i arbeidslivspolitikken. Det er nødvendig for at det skal gå i rett retning, slik at kvinner og menn faktisk skal få like muligheter. Skal man ta likestillingsutfordringen på alvor, må man starte i arbeidslivet. Her ligger mange av årsakene til at kvinner og menn har ulike muligheter i dag. I arbeidslivet har vi ulik fordeling av lønn, makt og tidsbruk mellom kvinner og menn. I regjering klarte SV å endre Norge i riktig retning ved å skape mer likestilling da vi utvidet fedrekvoten, slik at vi ser at mødre og fedre enklere kan dele arbeidet hjemme og ute mer rettferdig. Fedrekvoten har gitt mer frihet til veldig mange. Når regjeringen nå kutter fedrekvoten, river den ned noe av grunnlaget som har gjort at vi har blitt et mer likestilt land de siste årene. I dag ser vi at mange kvinner opplever at de må redusere sin arbeidstid for å få familiekabalen til å gå opp. Løsningen på at mange i småbarnsfasen opplever at tiden er for knapp, kan ikke være at kvinner generelt må gå ned i lønn og arbeidstid – og med det miste makt og innflytelse både hjemme og ute. Løsningen må være at vi som sitter på Stortinget, legger til rette for økt mulighet til å kombinere arbeidsliv og familieliv. Derfor foreslår vi at småbarnsforeldre skal få en halvtime redusert arbeidstid hver dag det første halve året etter barnehagestart, for å sørge for en mykere overgang mellom foreldrepermisjon og arbeidslivet. Dette er mye bedre likestillingspolitikk enn kontantstøtten, som betaler foreldre for å være utenfor arbeidslivet og barn til å være utenfor barnehagen. Jeg registrerer at statsråd Horne i stad framhevet viktigheten av deltagelse i arbeidslivet. Vel, det skjer ikke med mer kontantstøtte. Likestillingen – statsfeminismen – er Likestillingen – statsfeminismen – er en av hovedårsakene til at arbeidslinjen fungerer i Norge. Nå har vi en regjering som går til angrep på og svekker likestillingen og svekker arbeidslinjen, og som framstår som helt uten vilje, engasjement og initiativ i likestillingspolitikken. Ikke bare sitter de helt stille i båten, de går også til angrep på og reverserer likestillingen på mange områder. I tillegg snevrer de også inn likestillingsbegrepet og familiebegrepet. Det er FNs dag for menneskerettigheter i dag, og det pågår en stor kampanje ute i sivilsamfunnet om familieverdiene. Den kampanjen poengterer nettopp at alle familier er ulike, og at alle familier er like mye verdt. Derfor er det trist at statsråden fra talerstolen her i dag samtidig karakteriserer familien som en enhet som tar seg av barn.

utviklingspolitikken. Vi prioriterte arbeidet mot hatkriminalitet. Vi etablerte et ressurssenter for LHBT-spørsmål. Vi la fram en egen handlingsplan, ikke bare fra regjeringen, men også rundt om i kommunene. Vi var ikke, og vi er overhodet ikke i mål når det kommer til LHBT-personers rettigheter. Mobbing, vold, hatkriminalitet, mangel på åpenhet dårligere levekår er fortsatt virkeligheten for svært mange i denne gruppen. Hva er denne regjeringens svar? Ingenting – ingen vilje, ingen initiativer, ingen visjoner. Men ikke bare det – man kutter i midler og tiltak i budsjettet. Vi trenger en regjering som er framoverlent når det gjelder denne gruppens rettigheter. Vi trenger en ny handlingsplan fra regjeringens side som viderefører den rød-grønne regjeringens politikk. Arbeiderpartiet har foreslått dette, og vi kommer til å stemme over det forslaget her i dag, men jeg vil at statsråden her i dag skal svare på om hun kommer til å legge fram en ny handlingsplan med tiltak spesielt rettet mot

Det står i proposisjonen som kommer fra Kunnskapsdepartementet, at nesten to tredjedeler av barn med særskilte behov går i kommunale barnehager. Som representanten Bergstø redegjorde for her på talerstolen, har Telemarksforskning lagt fram en rapport som viser at private barnehager i gjennomsnitt har 15 pst. mindre kostnader enn de kommunale. Da synes jeg det er ganske oppsiktsvekkende at man ikke ser at man bør bruke tiden på å gå gjennom dette før man legger inn enda mer penger til de private barnehagene. Arbeiderpartiet har lagt inn mer penger til kommunene, sånn at man kan få til en enda bedre sosial profil i de lokale ordningene som brukes for å sette ned barnehagetakstene for dem som trenger det. Men da mener vi at det er kommunene som er best til å kunne gjøre det. Da kan man også se på hvilke leveutgifter man har, hvilke boutgifter man har, og få en mer treffsikker ordning. Jeg er glad for at statsråd Horne er opptatt av familiepolitikk. Men det er jo litt rart at regjeringen sørger for mindre forutsigbarhet for dem som skal jobbe, ingen forutsigbarhet for når de som har små unger, får barnehageplass. Vi skal ha flere handledager. Det skal være flere dager der man kan kjøpe alkohol. Jeg er i tvil om dette til sammen bidrar til en bedre familiepolitikk. Men det vil i alle fall gjøre at vi er nødt til å reparere mer i ettertid. Så registrerer jeg at statsråden ikke tar innover seg de tunge innvendingene som har kommet fra en rekke faglige instanser når det gjelder fedrekvoten og de endringene som nå foreslås. Statsråden refererer til at hun har truffet en tilfeldig person som har hatt problemer med ordningen, og lar det styre i stedet for tunge, faglige innspill fra arbeidstaker- og

betraktelig mindre hjelp enn sønner når det kommer til omsorgsoppgaver for foreldre. Så likestillingspolitikken er og forblir en hemmelighet i statsrådens

Men samtidig er tilfellet at den omfangsundersøkelsen som den forrige regjeringen hadde lagt opp til, var umulig å gjennomføre fordi man er nødt til å se på de etiske aspektene ved dette. Hvis man skal spørre barn under tolv år, må man ha foreldrenes samtykke. Det er dette vi setter i gang nå, slik at vi kan være sikre på at vi kan få en omfangsundersøkelse som det er hold i. Jeg har satt i gang denne tiltaksplanen – en tiltaksplan som nå skal være mer konkret. Den er målrettet og mer forpliktende enn den forrige regjeringens tiltaksplan. Jeg har lyst til bare å påpeke at i den forrige regjeringens tiltaksplan eller strategi, Barndommen kommer ikke i reprise – jeg husker ikke sidetallet helt – står det veldig klart at regjeringen må komme tilbake til oppfølgingen av tiltakene i de ordinære budsjettprosesser. Det er slik det pleier

med. I likestillingsmeldingen som kommer neste år, blir det fokusert på kvinner, helse, vold, yrkesdeltakelse og utdanning. Det blir altså fokusert på de tingene som er de reelle likestillingsutfordringene vi har i dag. Helt til slutt når det gjelder unntaksordningen: Rigmor Aasrud har lest høringsuttalelsene. Da håper jeg at representanten også er klar over at Bedriftsforbundet er en stor